Stortingets konstituering er at etter at fullmaktene er godkjent, foretas valg av presidenter og sekretærer. Fungerende president refererer forretningsordenens § 6 andre og tredje ledd, som lyder: det første valget av Stortingets president og visepresidenter i valgperioden foregår avstemningene ved sedler uten underskrift. Ved senere valg i samme valgperiode foregår avstemningene etter § 60 første ledd bokstav a, med mindre vilkårene for avstemning ved sedler uten underskrift i § 60 første ledd bokstav d er oppfylt. Ved valg av presidenter og sekretærer kreves vanlig flertall, dvs. over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnår ingen av kandidatene slikt flertall ved første valg eller ved fritt omvalg, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har fått størst stemmetall, jf. § 61 annet ledd.» Det skal først velges president i Stortinget. Valget foregår altså ved skriftlig votering. Det foregår ved at representantene skriver ett navn på de utlagte stemmesedler og går fram og legger i en av de to stemmeurnene som er plassert foran presidentens bord. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president. Jeg foreslår Olemic Thommessen. Olemic Thommessen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke. Det vil da bli foretatt skriftlig avstemning. Valget hadde dette resultat: Det

Marit Nybakk. Marit Nybakk er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. Andre forslag foreligger ikke. Det foretas skriftlig avstemning. Valget hadde dette resultat: Det

Det ble avgitt 166 stemmer. Til Stortingets annen visepresident ble valgt Kenneth Svendsen med 165 stemmer. 1 stemmeseddel var blank. Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident. er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. Andre forslag foreligger ikke. Det

er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. Andre forslag foreligger ikke. Det

da bli foretatt skriftlig avstemning. Valget hadde dette resultat: Det ble avgitt totalt 166 stemmer. Til Stortingets president ble valgt Olemic Thommessen med 164 stemmer. 2 stemmesedler var blanke. Presidenten ber om forslag på Stortingets første visepresident. er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. Andre forslag foreligger ikke. Det

Det ble avgitt totalt 165 stemmer. Til Stortingets femte visepresident ble valgt Line Henriette Hjemdal med 163 stemmer. 2 stemmer var blanke. Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Dersom det framsettes bare ett forslag ved hvert av disse valgene, vil presidenten foreslå at

Etter at de valgene Stortinget skulle foreta i dag, er gjort, vil fungerende president anmode om at den valgte presidenten overtar presidentplassen. Det betyr at den nyvalgte presidenten også skal overta klubben – en klubbe som er veldig spesiell. Den er laget av et nøttetre som sto i George Washingtons hage i Virginia. Den er gitt til Det norske storting i 1949 av I.O. Gillebo. Han var norsk-amerikaner og fikk rede på at treet skulle hugges, skaffet et emne og sendte Stortinget en klubbe til minne om sin far, Ole Torgersen Gillebo, som var på Stortinget fra1903 til 1906. Gillebo var for øvrig På klubben står det: «Til presidenten for Norges Storting. Gud signe Norges land og folk.» Gratulerer med valget, og lykke til med gjerningen!

Norges 158. storting erklæres herved for lovlig konstituert. Jeg vil få lov til å benytte anledningen til å takke for den tilliten dere har vist. Jeg skal gjøre mitt ytterste for ikke å skuffe dere i dette veldig spesielle og ærefulle verv. Jeg ser frem til godt samarbeid med Stortinget og det viktige arbeidet vi skal gjøre. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Dag Terje Andersen og det avtroppende presidentskapet for den jobben de har gjort. Det er lagt et godt grunnlag for å arbeide videre med de store spørsmålene som denne salen er tuftet på, nemlig spørsmålene om utviklingen av vårt demokrati og ivaretakelsen av våre menneskerettigheter i vårt land. Særlig vil jeg få lov til å takke for det arbeidet som er gjort i forbindelse med planleggingen av grunnlovsjubileet til neste år. Det er en veldig flott markering som jeg håper vil bære frukter også utover jubileumsåret. Det blir en oppgave som vi skal være felles om. Presidenten foreslår at underretning om konstitueringen av Stortinget sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt. Tidspunktet vil Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet. – Denne bemyndigelse anses for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. Denne bemyndigelse anses for gitt. Som deputasjon oppnevnes representantene Jan Tore Sanner, leder, Sverre Myrli, Kari Kjønaas Kjos, Sylvi Graham, Marianne Aasen, Tone Wilhelmsen Trøen og Åsmund Grøver Aukrust. Det er omdelt på representantenes plasser i salen en fortegnelse over de foreslåtte medlemmer og representantenes plasser i salen en fortegnelse over de foreslåtte medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen, og presidenten ber representantene om å benytte denne fortegnelse som stemmeseddel og legge den i den store kassen foran podiet her. Stortinget gikk så til votering. Stemmesedlene vil etter vanlig praksis bli opptalt etter møtet, og resultatet av valget blir referert i

til gudstjeneste i Oslo domkirke i dag, tirsdag 8. oktober kl. 17. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Ingen har bedt om ordet, og møtet er hevet.